sluttet på skolen etter fem år. I 1907 tok Arnulf Øverland likevel examen artium, og han begynte på universitetet for å studere filologi. Hans planer var å bli lektor. Resten av historien er kjent. Vi er ulike, og vi har ulike drømmer om hva vi ønsker at livet skal by oss. Den lille skolegutten kunne like gjerne ha ønsket å bli mekaniker, tømrer eller noe annet. Drømmen er der, men det er ennå langt igjen til alle barn og unge kan føle at de blir tilbudt et undervisningsopplegg som de mestrer. På Høgskolen i Hedmark er det et spennende forskningsmiljø rundt professor Thomas Nordahl. De avdekket for et par år siden at 70 pst. av elevene som mottar spesialundervisning i grunnskolen, er gutter ca. 75 pst. av elevene i egne pedagogiske tilbud på hel- eller deltid i norsk grunnskole var på det tidspunktet gutter gutter blir i langt større grad enn jenter diagnostisert og definert som problematiske i forhold til både læring og atferd Det ble pekt på at mulige forklaringer kan ligge i organisering, innhold og arbeidsmåter i skolen. Vi kan rett og slett ha fått en skole som passer bedre for jenter enn for gutter. En mulig forklaring kan også ligge i at gutte- og mannskulturen er lite og utdanningsorientert. Det kan være sosialt risikabelt for enkelte gutter å være flinke på skolen. Er kjønnsforskjellen allerede etablert når elevene starter i skolen, eller er det slik at skolen utvikler og forsterker forskjellene mellom gutter og jenter? Send pengene til vårt departement, så skal vi ordne alt, sa statsråd Kristin Halvorsen i et av sine innlegg i dag. I Høyre er vi vel ikke helt sikre på det. Men vi kan komme med et par tips om hva statsråden bl.a. kan bruke pengene til: Det er et stort behov for forskning på hvorfor vi har så store kjønnsforskjeller i grunnskolen. Videre bør det iverksettes systematisk utviklingsarbeid i skolen for å redusere disse kjønnsforskjellene. Hvis statsråden ikke lytter til våre råd, tar vi dem selvsagt selv med oss inn i vår neste valgkamp. Representanten Solvik-Olsen burde vel kanskje heller lese Fremskrittspartiets historie når det gjelder oljeøkonomien. Spørsmålet er: Hvor hadde vi vært i dag hvis vi hadde fulgt formann, Carl I. Hagen, om hva han ønsket å gjøre med oljeformuen vår? Grunnen til at jeg tar ordet er representanten Aspakers tidligere innlegg her i salen i dag. Hun hevdet at lærertetthet ikke er viktig, og at Høyres løsning er å gjøre yrket attraktivt for ungdom. Som tidligere lærer tenker jeg at hvis man tømmer skolen for lærere, blir yrket da attraktivt? Det tror jeg ikke. Jeg tror det blir veldig lite attraktivt. Jeg tror det er veldig få som ønsker å bli lærere hvis vi følger Høyres billigskoleoppskrift. Men jeg forstår problemstillingen. Erfaringene våre viser jo at forrige gang ble det mye skattekutt og kutt i overføringene til kommunene, og da ble det ikke så mye penger igjen til skolen. Da ble det ikke så mye penger igjen til å satse på lærere i grunnskolen i kommunene. Så klok av skade er det vel sånn at Høyre ikke ønsker en norm for lærertetthet i skolen. Men jeg tror en gjør seg selv en stor bjørnetjeneste hvis en tror at ungdom

og forskningsdepartementet er en viktig premissleverandør i språkpolitiske spørsmål, og det er to forhold jeg gjerne vil ta opp. Det første dreier seg om skandinavisk i skolen. Det er et litt kjedelig tema på bakgrunn av de undersøkelsene som Undervisningsdirektorat har gjort, og som viser at undervisningen i skandinavisk ignoreres så vel av lærerne i skolen som i lærerutdanningen. Dette er godt kjent. Spørsmålet er: Hva gjør man for å bedre på det? Det har vært en nordisk språkkampanje i året som har gått, hvor det har kommet opp mange interessante saker, bl.a. har det vært jobbet med utdanningsopplegg, eller pedagogiske opplegg knyttet til digitale tilbud på en annen måte enn det vi har sett før. Jeg håper at statsråden – når vi nå går inn i et år da Norge har formannskapet i Ministerrådet, og hvor vi bør vise sterkere initiativ i nordiske spørsmål – vil rette oppmerksomheten mot de nye tingene som har kommet, og at man vil løfte skandinavisk tema inn i skolen på en mer offensiv måte enn det vi har sett så langt. Det er viktig for ungdommen å forstå at det å ha forståelseskunnskap om svensk og dansk åpner mange muligheter, bl.a. åpner det muligheter for å studere i de andre nordiske land. Det bringer meg over til det andre temaet som jeg også har lyst til å ta opp. Det dreier seg om tilgjengelighet av lærebøker for høyere utdanning Der ser vi en utvikling hvor engelsk er i ferd med å overta fullstendig. De fleste universitetene – jeg tror det er tre universiteter i Norge – har fulgt oppfordringen om å ha en strategi for språkarbeid. De legger til grunn at det bør være norskspråklige men at det på masternivå er greit med hovedsakelig engelsk. Det støtter jeg. Da er det desto viktigere at vi sørger for å ivareta de språkdomenene som berøres av fagene på bachelornivå. Det er viktig, fordi læringsutbyttet for studentene, etter undersøkelser vi har sett, er 25 pst. lavere på engelsk enn det er på norsk. Vi ser også at frafallet i høyere utdanning også henger sammen med tilgjengeligheten av norskspråklige lærebøker. Her er det behov for et virkemiddelapparat. Så langt har regjeringen ikke signalisert annet enn at man ønsker å avvikle fastprisen for lærebøkene. Kanskje burde man også se på en bedre tilskuddsordning med hensyn til oversettelser og vurdere fastprisen

Her har vi hatt en interessant debatt om mangt og mye, men først og fremst om et par ting som jeg skal komme tilbake til i dette innlegget. De fire opposisjonspartiene har lagt vekt på sine satsinger til forskning og høyere utdanning. Det er vel og bra og isolert sett veldig gledelig. Det er et viktig område også for regjeringen, selvfølgelig. selvfølgelig. Jeg har lyst til å understreke at mens de rød-grønne har regjert, har det aldri vært realnedgang i de totale forskningsbevilgningene. Sist det skjedde, var i 2003. Det som er problemet, er opposisjonens forslag til både det de er sammen om, og det de er uenige om. De har veldig ulike inndekningsforslag, og på den debatten som er nå, virker det som de heller ikke er helt samstemte når det gjelder det de faktisk presenterer som en enighet. Opposisjonen har brukt kraftige ord om forskjellene mellom egne forskningssatsinger og Mens Høyre kritiserer regjeringen for ikke å ha opprettet helt nye studieplasser, ser jeg ikke noe til det i Høyres budsjett heller. Forskjellen mellom regjeringen og det mest ekspansive opposisjonspartiet, Venstre, når det gjelder forskningens andel av bruttonasjonalprodukt, er 0,04 pst. Så det er for så vidt ikke noen vesentlig utfordring av regjeringens politikk. Men to tankekors til slutt. Man har brukt det meste av tiden her til å diskutere 60 mill. kr, gaveforsterkningsordningen, av et forskningsbudsjett på 25,5 mrd. kr. Det vi snakker om, er ikke et forbud mot å gi – det er det ingen som har foreslått men at de ekstra stimuleringsmidlene ikke videreføres. Vi har i debatten redegjort for mange gode forslag til både hvordan næringslivet selv skal forske mer, og hvordan man kan inspirere næringslivets rike folk til å gi penger til forskning. Det håper jeg de fortsatt kommer til å gjøre. Det andre tankekorset er historien om et system som ikke lenger fungerer, nemlig Forskningsfondet, som utgjør ca. 17 pst. av det totale forskningsbudsjettet. Her har regjeringen vært opptatt av hvordan vi sikrer grunnleggende langsiktig forskning, og hvordan vi sikrer en infrastruktur. Den beste måten å gjøre det på, er å få det inn på faste poster i statsbudsjettet. Da får vi både en pris- og lønnsjustering og en fasthet i dette. Uansett hvordan man snur og vender på opposisjonens mange krumspring for å forklare hva de egentlig mener, må det debatter og bevilgninger til i Stortinget. Enten man tar 4 pst. av 100 mrd. kr, eller om man gjør dette på andre måter, med pris- og lønnsjustering, som virker veldig forvirrende, kommer man ikke unna et vedtak i Stortinget. Og det er det vi også vil
Representanten Elisabeth Aspaker sier at det er to hovedprioriteringer som opposisjonen har samlet seg om. For det første – etter- og videreutdanning: Ja, først er det en felles generell merknad på noen linjer. Deretter er det behov for de fire å skli ut i tre egenmerknader, én fra Fremskrittspartiet, én fra Høyre og én fra Venstre og Kristelig Folkeparti sammen. En begynner veldig samlet, og så er det tre merknader som innbyrdes er ganske ulike. For det andre – forskningsfond: Der er det ikke egne merknader. Der er teksten entydig og felles. Men i debatten her i dag har Henning Warloe sagt at en kan velge å pris- og kostnadsjustere. Dagrun Eriksen har sagt at dette er nærmest ment som automatikk. Elisabeth Aspaker sier innledningsvis i dag at her må en se på totaliteten i budsjettet, og så får en se hva en gjør ut av det. Dette viser nettopp poenget vårt: Dette må politiseres, det må tas inn i statsbudsjettet. Det ligger ikke noe mer automatikk eller noe mer robusthet i dette enn det gjør når det gjelder andre bevilgninger over budsjettet. Tor Bremer har hatt ordet to ganger tidligere i debatten og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Representanten Warloe har naturlegvis heilt rett i at Skottland ikkje er noko eige land. Det skulle berre mangla! Han har jo slekt i Skottland, så dette kan han. Men det høyrest ikkje ut som om den same Warloe har fått med seg at Skottland i utdanningssamanheng har eit sjølvstendig ansvar og eit budsjettansvar. Vidare fekk eg med meg at den gode representanten heldt ein liten matematikktime frå talarstolen om at deira forslag til nytt forskingsfond skulle sikra både langsiktigheit, justering for pris- og lønsvekst og realvekst i løyvingane. Forelesinga imponerte ikkje meg, og eg trur heller ikkje så mange andre vart overtydde om at så er tilfellet med fondet. For å seia det slik: Innlegget hans minte meg meir om guten som hadde rekna seg fram til at han var eldre enn sin eigen

begynt med en stor grad av samling, og så ble det mer sprik etter hvert. Nå har vi opplevd seks år med et rødgrønt regjeringssamarbeid, og det var noe kjent med den beskrivelsen – uten at jeg skal gå nærmere inn på det. Jeg har også lyst til å nevne innledningsvis at det anliggende som ble tatt opp av representanten Olemic Thommessen om skandinavisk språksamarbeid, og som også ble kommentert av statsråden, et veldig viktig anliggende som også Kristelig Folkeparti er opptatt av. Jeg har lyst til å fokusere på det som er en relativt liten andel av budsjettet her, men som likevel er av stor betydning. Kulturskolene er i alle lokalsamfunn, i alle kommuner over hele landet, en viktig arena for landet, en viktig arena for enkeltmenneskers utøvelse av kunst, av kultur og for personlig utvikling. Det heter i Kulturløftet II: «Det skal gjennomføres et kulturskoleløft slik at alle barn som ønsker det får et kulturskoletilbud av god kvalitet til en rimelig pris.» Det er mye spennende i Kulturløftet II, og det er gjennomført mye bra politikk i kjølvannet av Kulturløftet II. Det skal regjeringen ha ros for, og det har også kommet betydelige midler til gjennomføring av de ulike punktene i Kulturløftet II. Det har faktisk kommet flere milliarder over flere år. år. Da er det jeg spør meg: Hvorfor i all verden er det slik at det punktet i Kulturløftet som handler om at barn og unge selv skal få muligheten til å utøve kunst og kultur, utvikle seg som utøvere av kunst og kultur, har man nærmest har sett bort fra? Det er en merkelig prioritering når man først har lagt på bordet en stor satsing på kultur. Kristelig Folkeparti har derfor vist i sitt budsjett, som det framgår av de forslagene vi har, at det går an å legge på plass en satsing på kulturskolene. Vi har tilnærmet doblet den satsingen som regjeringen har på kulturskolene, og vi har også lagt fram et representantforslag som viser at dette skal være en del av en opptrapping, en målbevisst, forpliktende opptrapping, som gjør at kulturskolene, som kanskje er noe av det viktigste vi har i kulturpolitikken, faktisk blir en reell satsing det

bekostning. Men det nytter veldig lite da å komme trekkende med en liten hvit løgn, for når man på en måte etterspør elementære mattekunnskaper, er det også viktig at man selv har det. Representanten Hadia Tajik sa nemlig at forskjellen på Høyres budsjett på FoU og regjeringens var på 0,03 prosentpoeng, som er noe helt annet enn prosent. prosent. Da forutsetter vi videre i debatten at Warloe er lyttende og forholder seg til de matematiske konseptene som blir nevnt fra talerstolen. Ellers er det slik at opposisjonen tviler på regjeringens virkelighetsbeskrivelse. De snakker om en fantastisk forskningssatsing i Europa, mens det gang på gang fra denne talerstolen er tilbakevist; det er det motsatte som skjer. Norge er faktisk ett av fem land som ikke kutter. Vi har også hørt en opposisjon som ønsker å framstå som veldig enig. Tord Lien sier at Fremskrittspartiet er det beste klimapartiet, samtidig som de kutter. Venstre plusser på. Det skiller totalt Folkeparti plusser på bistanden. Det skiller 7,6 mrd. kr mellom partiene. Jeg vet ikke hvordan det ligger an i regjeringsforhandlingene, om Kristelig Folkeparti eventuelt synes det er all right at man salderer budsjettene på den måten. Høyre og Fremskrittspartiet kutter i studieforbundene, mens Kristelig Folkeparti og Venstre plusser på. Er det slik at vi på en måte bare skal finne et slags minste felles multiplum for de borgerlige partiene, regne oss fram til hvem som ikke er ikke borgerlige, ett av dem er kristendemokratisk – og finne ut av hva som er sannheten om politikken? Jeg tror det ville vært en fordel om de selv kunne bidra til å oppklare det. Noe av det samme ser vi også i debattene som foregår ute i media. Høyre mente at regjeringens forslag til ungdomsskolemelding var et uferdig produkt. Tord Lien mente at det stort sett var gode forslag, og ønsket å jobbe videre med dem. Så det er en opposisjon som spriker i alle retninger når det gjelder skolepolitikken. Det er det vanskelig å forholde seg til. Jeg skulle ønske at vi i denne debatten hadde kommet noe nærmere med tanke på å skjønne hva politikken egentlig dreide seg om. Presidenten lærer seg å bli raus med representantene. Representantene på sin side kan lære seg å holde seg på riktig side av linjen – «hvit løgn» hadde ikke jeg brukt i min tale. Representanten Anne Tingelstad Wøien har hatt ordet to ganger og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt.

etterpå. Det blir på en måte slik at vi bytter bort eple med fele. Jeg liker det egentlig ikke. Så til representanten Aspaker: 500 mill. kr mer til lærerutdanning, 500 mindre til fylkeskommunen – det er der oppfølgingstjenesten er.

Det ville vært en av de dårligste byttehandlene jeg kjenner til. Det som var Anders Langes Partis poeng i 1976, var at Statfjord-investeringen ville bety såpass mye i gjeldsopptakelse for AS Norge at en mente at en heller burde få mer privat kapital inn der. Det betyr ikke at en sa nei til den skatteretten en hadde. Men Carl I. Hagen har sagt at han er glad for at han tok feil på at regjeringspartiene i stedet for å forholde seg til forslagene som opposisjonen fremmer enkeltvis eller samlet, bare forholder seg til at når opposisjonen ikke er enig på alle punkter, gidder en nesten ikke diskutere innholdet. De rød-grønne partiene fremmet ikke et felles statsbudsjett på alle punkter da de selv var i opposisjon. De gjorde det knapt nok det siste året før 2005-valget. Det er også verdt å merke seg at når forskjellen på opposisjonens forskningsbudsjett og regjeringens forskningsbudsjett bare er på noen promille, blir det for lite til at en skal bry seg. Men i finansdebatten laget regjeringspartiene selv et veldig stort oppstyr av at de flyttet på hele 30 mill. kr, som altså er 0,003 pst. av statsbudsjettets utgiftsside. En bør holde tungen rett i munnen om når ting er store og når ting er små. Når det gjelder forskning: Regjeringspartiene har vanskelig for å forstå at en kan si at en forventer 4 pst. avkastning på et forskningsfond,

Men i et budsjett der en har 345 mrd. kr i overskudd, er ikke 60 mill. kr så veldig mye sånn sett, heller. Det som er poenget her, er jo at regjeringen nok en gang viser at de ikke tar privat næringsliv og private givere på alvor. På samme måten som småkraftinvestorer, vindkraftinvestorer, biodieselinvestorer, ekofuelinvestorer har trodd på

finansieringen av disse tilbake til staten. Dette er ikke et ideologisk begrunnet forslag, men et resultat av den forskjellsbehandling og uforutsigbarhet disse skolene opplever i dag. De tidligere 6A-skolene er nå statlig finansiert. Jeg håper statsråden rydder opp når det gjelder de andre. To korte kommentarer: Det klinger litt rart når Truls Wickholm snakker om enighet og uenighet. Videre, til Freddy de Ruiter: Jeg tror jeg må ty til Peer Gynt etter innlegget hans: «Hvor udgangspunktet er galest, blir tidt resultatet

sier at økningen er 0,03 pst., mens den i virkeligheten er 3 pst., har man altså – skal vi si – bommet hundre ganger. 3 pst. er hundre ganger så mye som 0,03 pst., som det ble sagt. Prosent og prosentpoeng i denne sammenheng har dessverre ingen betydning. Den nærmere forklaring på dette kan vi naturligvis komme tilbake til på komiteens juleavslutning. Jeg føler at vi kanskje har kommet dit hen i debatten at resten av den egner seg for fullføring i en slik mer uformell setting. Det er altså slik at vi satser – samtlige opposisjonspartier, samtlige borgerlige partier – kraftig på kunnskap og forskning. Det må det ikke være noen tvil om. om. Jeg tror det har gått opp både for presidenten og for meg at komiteen har bestemt seg for at matematikk skal være et gjennomgående tema i debatten, men la det ligge. Det er riktig som representanten Solvik-Olsen sier – dette er ikke et stramt budsjett i økonomisk forstand. Det er et om lag nøytralt budsjett, det står på side 8 i

Det er jo det som har preget debatten i dag om Forskningsfondet. La meg si det sånn: Det er ikke mulig. Det er ikke sånn at det går an å låse inn noen milliarder og si: Dette har vi nå sikret på en så god måte at det ikke vil være noen som vil finne på å kaste seg over dem noen gang. Det er en konstruksjon som opposisjonen prøver seg på når det gjelder et såkalt forskningsfond. Men under debatten i dag er det jo avslørt at det må fylles på hvis avkastningen skal prisjusteres, og det krever jo et politisk vedtak. Avkastningen skal hvis avkastningen skal prisjusteres, og det krever jo et politisk vedtak. Avkastningen skal beregnes som man beregner avkastningen av Petroleumsfondet. Det er en anslått avkastning på 4 pst. som man skal benytte mindre av i gode tider og mer av i dårlige tider, men sånn at det over tid på når det gjelder Forskningsfondet, en øvelse som når som helst betyr at hvis det ikke er politisk vilje i denne salen til å holde et høyt nivå når det gjelder Forskningsfondet, er det ingenting som kan stå imot det. Det er én ting som kan sikre forskning framover, og det er politisk vilje til å prioritere forskning – i kampen om alt annet. Det lar seg ikke låse inne. I tillegg er det jo sånn at det som nå har vært avkastning av et forskningsfond, er ca. 16 pst. av forskningsbudsjettet. Så hvis det var sånn at Stortinget ønsket å redusere forskningsbevilgningene, kunne man jo bare gå på en annen del av det som var til forskning. Så hvis det var sånn at Stortinget ønsket å redusere forskningsbevilgningene, kunne man jo bare gå på en annen del av det som var til forskning. Det er bare én ting som gjelder, og det er å sørge for at det bevilges romslig med penger til forskning på alle statsbudsjetter. Det har vi gjort. Det har vært realvekst på alle statsbudsjetter. Vi må tilbake til 2003 for å finne nedgang i forskningsbevilgningene, og det var det den forrige regjering som hadde ansvaret for – og selvfølgelig Statsråden har helt rett: Denne presidenten har aldri lært så mye om matematikk, historikk og kirkeetikk under én og samme debatt – men det er jo Kunnskapsdepartementets budsjett vi behandler. Jeg skal ta på meg – hvis jeg får lov – å lære presidenten og enkelte andre representanter litt om konstitusjonelle forhold i Europa, med det samme. Skottland er selvfølgelig et eget land. Jeg håper miljøvernministeren i Skottland, som selvfølgelig et eget land. Jeg håper miljøvernministeren i Skottland, som jeg vet vår egen fiskeriminister har et godt forhold til, ikke leser referatet av denne debatten. Vi får gjøre det vi kan for å unngå det. Jeg skal begynne med å skryte av statsråd Aasland. På ett punkt er det gjort noe fundamentalt riktig i årets budsjett, nemlig økningen av frie prosjektmidler. Det er en klar styrking av de nasjonale konkurransearenaene. konkurransearenaene. Jeg håper at det vi ser her nå, er en trend, og at vi går mer over til å skape nasjonale konkurransearenaer og slutter med å tro at kunnskapsutfordringen som Norge står overfor i framtiden, kan løses gjennom regionale kretsmesterskap og smale, disiplinære programmer. Det har vært trenden, dessverre, også under denne regjeringen, men i mindre grad – heldigvis – til neste år. Så har jeg notert meg at det er mange som er bekymret for borgerlig samarbeid, først og fremst

Hvordan kan vi på den ene siden egentlig være enig med regjeringen om det meste, og på den andre siden er det full splid – på høyresiden? Jeg er, som dere har skjønt, humanist, men dette regnestykket får jeg ikke til å gå opp – det kan kanskje være derfor. Truls Wickholm sa noe klokt, jeg skulle til å si, for én gangs skyld – men det passer seg kanskje ikke. Han sa at norsk velstand og velferd ikke er basert på en tilfeldighet. Nei, det er det ikke, det er jo det som er så rett – det er en satsing på realfaglig forskning, utdanning, kompetanse, oppbygging av folkeskoler på 1800-tallet, forskning på hvordan man temmer naturen, produksjon av vannkraft på 1800-tallet, industrialiseringen av Norge på 1950-tallet og petroleumssuksessen. Dette er basert på at et flertall i denne sal denne sal har tort å satse på forskning og utdanning. Det er altså ikke studenter som skaper verdier – som representanten Bremer tilsynelatende tror – det er uteksaminerte teknologer, ingeniører, biologer, kjemikere og fysikere som skaper verdiene i samfunnet. Det har vi, dessverre, sett at det har blitt færre av de siste fem årene. Representanten Truls Wickholm

en endring fra 16 prosent til 20 prosent en økning på 4 prosentpoeng.» Det er veldig viktig å forholde seg til riktige begreper når man skal kritisere motstanderen. Man kan godt bruke sine egne begreper om sine egne tall, men man må altså bruke de riktige begrepene når man skal gi motstanderen kritikk – så tar vi resten på komitéavslutningen. Jeg vil til slutt bare takke for det jeg synes har vært en god og artig debatt på mange områder. Vi evner å være uenige i denne komiteen, men vi er det med godt humør. Problemet til opposisjonen er at den er

altså sånn at i gode tider har man i Norge skuslet bort muligheten til virkelig en storsatsing på kunnskap og forskning. Jeg skjønner at det er en regjering som kjemper for sitt forskningspolitiske ettermæle, som nå prøver å så tvil om i hvilken grad opposisjonen faktisk har større ambisjoner enn regjeringen på forskningsområdet. Når jeg har lyttet til finansdebatten og til denne debatten, kan det ikke herske noen tvil om akkurat det. Det ville ha kledd kunnskapsnasjonen Norge om vi i gode tider hadde tatt oss råd til å prioritere kunnskap og forskning langt høyere enn vi har gjort, men det er spilt melk. Vi er opptatt av å prioritere dette feltet, og vi må gjøre mer av det som virker. Til representanten Freddy de Ruiter vil jeg si: Det er den på en måte store skoleforskningsguruen John Hattie som har sagt at det ikke er funn som støtter at flere lærere er viktigere enn bedre lærere.

eller annet kan få meg til å endre det standpunktet. Da tenker jeg: Hvem skal en spørre? Jo, en kan jo spørre Foreldreutvalget for grunnskolen, en kan spørre Elevorganisasjonen, en kan spørre Utdanningsforbundet eller Skolenes Landsforbund. Da kan en spørre dem: Hva mener dere? Mener dere at det bør være en viss form for lærertetthet eller noen reguleringer på det, et visst antall lærere i skolen? Eller er dere enige med Høyre, som mener at lærertetthet har ingenting å si for kvaliteten i skolen? Jeg lar bare spørsmålene ligge, så kan jo noen hver forsøke å stille spørsmålene til dem som har skoen på, og dem som lever i skolehverdagen. Ellers er jeg for så vidt ikke så uenig i representanten

jeg refererte til at statssekretær Kyrre Lekve på mandag mente at det var problematisk at private givere var styrende for offentlige skattepenger. Det er det ingen som har brukt i dag. Derimot har representanten Tingelstad Wøien sagt at ordningen er bra og kommer tilbake igjen når vi skal behandle forskningsmeldingen. Tora Aasland har sagt at ordningen er for

svie. Først må jeg innrømme at det ordtaket ofte vekker assosiasjoner til andre ting enn det å bryte handlingsregelen. Men jeg skal la akkurat det ligge nå. Det som er viktig her, er å skille mellom drift og investering. Når det kommer til at vi bruker mer penger enn regjeringa, ja det gjør vi, for vi investerer i framtidig verdiskaping nettopp gjennom å investere i utdanning. utdanning. Jeg kan ikke la være å kommentere noe av det representanten Freddy de Ruiter kommer med i sine innlegg. Jeg må innrømme at jeg er en smule overrasket over den skoledebattmentaliteten som ligger til grunn for veldig mye av argumentasjonen han bruker mot Fremskrittspartiet, Høyre og de andre opposisjonspartienes skolepolitikk. For det første legger han til grunn at høyresiden bare vil privatisere, privatisere, privatisere. Det er åpenbart at han til grunn at høyresiden bare vil privatisere, privatisere, privatisere. Det er åpenbart at representanten de Ruiter ikke har sett forskjellen mellom å privatisere og konkurranseutsette, som faktisk er et ganske viktig poeng å ha med seg. Samtidig er han veldig opptatt av flere lærere, og at man skal spørre dem som har skoen på, om hva de ønsker, og om det er flere lærere. Det vi har gjort, er nettopp å snakke med Elevorganisasjonen og å snakke med elevene. Det de er opptatt av, er bedre lærere, ikke flere. Vi tømmer jo ikke skolen for lærere. Vi ønsker nettopp over budsjettet vårt, som sikkert de Ruiter har sett når han har lest vårt budsjett, betraktelig. Vi i Fremskrittspartiet ønsker en hospiteringsordning for programfagslærere, så de får utviklet seg, og å stimulere til at flere ønsker å bli lærere. Det er kvaliteten på lærerne som er viktig, ikke kvantiteten, og det er det vi legger til grunn i vårt budsjett. Avslutning vil jeg si at ordningen med frukt og grønt er viktig, og jeg synes det er litt synd at Kristelig Folkeparti ikke er med. Men jeg deler representanten Dagrun Eriksens bekymring for de dårlige kostvanene som kommer. Samtidig må hun være forsiktig med å bruke Grandiosa som eksempel. For vi ser at pizza nå er klassifisert som en grønnsak i USA, den har til og med fått nøkkelhullordning her i Norge. Så man skal ikke se bort fra at om et par år er det en del av fruktkurven, det også. Vi i Fremskrittspartiet ønsker å ha frukt og grønt i skolen, samtidig som vi er opptatt av å gi gode råd med tanke på kostholdsvanene. Representanten Ketil Solvik-Olsen har hatt ordet to ganger og får ordet til

i et relativt greit budsjett for øvrig. Så til Forskningsfondet. Det brukes som argument at vi ikke kan vedta 4 pst. avkastning på investeringer. Det er helt riktig. Men det er litt rart at akkurat i debatten om Forskningsfondet brukes det som et argument for å fjerne fondet, mens energi- og miljøkomiteen kommer til å argumentere kraftig for et energifond for å satse på fornybar energi og energisparing, som Enova skal disponere. Da er plutselig en fondsløsning kjempebra, for det sikrer forutsigbarhet. Men når en ikke ønsker Forskningsfondet, bruker en andre argumenter for å bli kvitt Det er helt riktig at når det er finansdebatt, og når økonomer diskuterer budsjett, snakker man om et nøytralt, et ekspansivt eller et stramt budsjett, og alle vet hva det er. Når man driver med kunnskap eller noen andre områder, og er vant til å ha budsjetter som har kraftig realvekst hvert år, og det er litt strammere, i folkelig forstand, betyr det at det oppleves som om en har mindre rammer enn en før har hatt til fordeling. Sånn er det. er det. Jeg beklager veldig hvis jeg fornærmer Solvik-Olsen med å snakke litt folkelig innimellom. Jeg garanterer at fire år i Finansdepartementet gjør at man har behov for å lufte seg litt av og til! Så til Forskningsfondet. Den forskningsfondskonstruksjonen som Jon Lilletun startet, og som vi har fylt på, og vært for alle sammen i lang tid, var vinger på vei opp i forhold til å få opp bevilgningene til forskning. Men fordi den er konstruert sånn som den er, og nye innskudd har lavere rente enn de innskuddene som forfalt, blir det et blylodd rundt beina i forhold til det, fordi man over budsjettene da må starte med store bevilgninger bare for å komme opp der man var. Så dette er en veldig god løsning. Nå er det på budsjettet, nå blir det prisjustert. Det gir et godt utgangspunkt, og så kan Stortinget diskutere hva slags ambisjoner man skal ha når det gjelder forskning, akkurat som man kan diskutere på alle områder. Det er helt riktig at fondet knyttet til Enova har vært en viktig måte å sikre at det har vært et satsingsområde på, men det kan komme den tid også når det gjelder den fondskonstruksjonen, at det kan være riktig å tenke

skole, det er massevis av foreldre og folk som jobber med dem, og forutsigbarheten for dem tjener på at det er enighet om en viss kjerne. Så bare en liten snutt om frukt og grønt til slutt. Jeg må bare si at dette må jo være opposisjonens bidrag til lavkarbodebatten. Når til og med Kristelig Folkeparti skal ha det til at man skal fortelle elevene at frukt og grønt er men det er viktig at det starter med at det tas fra dem, da blir det jo lite grann vanskelig. Så hvis ungdommen skal sitte på hybelen framover, er det vel med fleskebiter og en liten smørkopp, etter servering fra Kristelig Folkeparti! Jeg synes det er smålig. Dagrun Eriksen

høyere enn det regjeringens er. Vi går inn for halvering på moms på frukt og grønt, og det vil komme hele befolkningen til gode. Det handler om – og det er en ganske alvorlig sak – at vi ikke skal la det være staten som skal servere måltid og mat, og at vi dermed aldri lærer opp våre barn og unge til å få egne kostvaner rundt dette.

og de har stor makt i Norge. Ergo har man, med mindre man foreslår noen flere virkemidler, ingen garanti for dette. At det er fornuftig at sunn mat blir billigere og usunn mat blir dyrere, er noe annet, men det er litt krevende å finne de riktige virkemidlene for det. Så bare et par kommentarer. Jeg er helt sikker på at når vi ser helseeffekten av hvor stillesittende barndommen og ungdommen har blitt for mange, og helseeffekten av det ensidige kostholdet mange har, vil vi med forebyggende arbeid og med gode vaner kunne spare enormt når det gjelder helseproblemer, redusert livskvalitet, men også av kroner på statsbudsjettene framover. Der trodde jeg egentlig at Kristelig Folkeparti, SV og regjeringspartiene tenkte likt, fordi vi pleier å ha en litt bredere inngang til diskusjonen om hva det f.eks. er som sørger for at vi får et godt læringsutbytte. Å spise sunt og trene sørger for et godt læringsutbytte. Men nå har jeg ikke tenkt å polemisere noe særlig mer med Kristelig Folkeparti om dette – jeg ønsker representanten Dagrun Eriksen og de andre fra Kristelig Folkeparti en riktig fredelig jul. Og det er alltid slik at sansen for sunt kosthold er større i januar enn i desember!
statsråd Berg-Hansen har snakket om når det gjelder marin forskning og forskning på det sunne som havet kan frambringe, og på den forskningen vi trenger for å vite enda mer om hva som skal være sunt kosthold. To veldig korte kommentarer til slutt: Når det gjelder forskningsfondtenkningen – eller den konstruksjonen vi har for å sikre midler til langsiktig, grunnleggende forskning – er det hevet over enhver tvil at det er avkastningen, altså bunnlinjen, som er det viktige. Det er det antall kroner og øre vi får ut som skal kunne brukes til langsiktig, grunnleggende forskning og infrastruktur. Det er det som er avgjørende. avgjørende. Så kan man ha litt underlige konstruksjoner, som vi har hørt en del om her. Et direkte svar på Solvik-Olsens spørsmål om at fondstanken kan være grei noen ganger, og ikke grei noen ganger: Det er den spesielle konstruksjonen – med rente over ti år, og dermed skifte av rente til et helt annet nivå – som en av de viktige årsakene til at noe måtte gjøres. Solvik-Olsen har sikkert også merket seg at vi ikke har foreslått å endre på strukturen når det gjelder regionale forskningsfond, for der er renteberegningen av en helt annen, og nyere, karakter. Hovedpoenget med hele omleggingen er jo å sikre den langsiktige, grunnleggende forskningen – ikke lage en konstruksjon som har innebygde svakheter, men gjøre det så sikkert som mulig, og stole på at vi både fra regjeringspartiene og opposisjonen fremdeles har vilje til forskning, og dermed vilje til å prioritere de innsatsene vi har på dette budsjettet for neste år, og som vi kommer til å få i årene framover. Jeg er oppløftet av debatten. Jeg vet at det er mange her som ønsker at vi skal satse på både forskning og høyere utdanning, og som har kommet med mange gode argumenter for det. Det er regjeringens vilje også. Dermed takker jeg også for debatten og for alle innspillene. Flere har ikke bedt om ordet til sak Etter ønske fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen vil presidenten foreslå at sakene nr. 5–8 behandles under ett – og anser det som vedtatt. Ingen har bedt om

ordet er

Jeg vil

Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet. Lovvedtaket vil bli satt opp til andre gangs behandling i et senere møte i Stortinget. Det voteres først over innstillingens § 4 femte ledd under II og III. Presidentskapets medlem Akhtar Chaudhry har varslet at SV ønsker å stemme imot innstillingen.

foreslår presidenten at vi behandler dem under ett. – Det anses vedtatt. Det foreligger ingen forslag til anmerkninger til noen av lovvedtakene. Stortingets lovvedtak er dermed bifalt ved annen gangs behandling og blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven.